alle kommuner som praktiserer dette så nøye. Et blindt ektepar kontaktet meg nylig. De er frustrerte, for kommunen de bor i, nekter dem assistanse til dagliglivets praktiske gjøremål. Ekteparet må pent klippe plen og vaske vinduene selv. Kan presidenten se for seg et blindt ektepar klippe plen og vaske vinduer? Neppe. Jeg synes det er svært beklagelig at enkelte kommuner ikke følger opp intensjonen med BPA. Det har ført til at regjeringen i plattformen enda tydeligere sier at BPA er et likestillingsverktøy og ikke helseordning. I dag er det kun funksjonshemmede under 67 år som har rett til personlige assistenter. I regjeringsplattformen står det at denne aldersgrensen skal fjernes. Regjeringen har lovet at det kommer en NOU om kort tid. Den ser jeg fram til, for det er på tide å klargjøre tilbudet til funksjonshemmede. De fortjener et bedre tilbud enn mange kommuner gir dem, for BPA-ordningen er ikke en helsetjeneste, men et frigjøringsverktøy. En styrking av BPA vil være med på å gjøre Norge til et varmere samfunn, og det vil hindre at en sårbar gruppe faller utenfor. Den reglementsmessige tiden for møtet er straks omme. Presidenten foreslår at Stortinget fortsetter møtet til dagens kart er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt.

men vi ønsker altså en annen kurs for Norge, med langt mer vekt på fellesskap og utjevning av sosiale forskjeller enn det vi finner i høyreregjeringas erklæring. Et nærliggende spørsmål er: Hvor er det blitt av de funksjonshemmede? Erna Solberg nevnte dem ikke med ett ord i går. Høyre har selv lagt ut 30 nye ideer og gode løsninger fra Granavolden på høyre.no. Et par eksempler på hva Høyre mener er verdt å nevne, er 120 km/t og åpne polutsalg til kl. 16 på lørdager. Men de rundt 90 000 funksjonshemmede som ufrivillig står utenfor arbeidsmarkedet, er ikke nevnt. Siv Jensen sa i sitt innlegg i dag at høyreregjeringas mål er en enklere hverdag for folk flest, at vi skal trygge Norge for framtida gjennom Heller ikke hun nevnte at funksjonshemmede med en enklere hverdag både vil og kan bidra til framtidig verdiskaping. Den nye likestillingsministeren fra Venstre fant ikke plass til de funksjonshemmede i sitt innlegg. Noe står i plattformen, men er altså ikke viktig nok til å bli løftet opp og fram i regjeringserklæringen. Spørsmålet er om det vil gå bedre når Norge til som overvåker om vi følger opp våre forpliktelser etter FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Jeg lurer på hva de har å si om at høyreregjeringa valgte å fjerne alle tidsfrister for universell utforming. Jeg lurer på hva de har å si til at bilstønaden forsvant for alle dem som står utenfor både utdanning og arbeidsliv. Er det likestilling, eller er det snarere eksempler på diskriminering, og hvis det er diskriminering, vil da høyreregjeringa snu i slike spørsmål? De funksjonshemmedes organisasjoner har et godt råd til oss politikere: Slutt å tenke i baner som handler om likeverd – det signaliserer at det er forskjell på folk – og begynn å tenke likestilling med rettigheter og plikter, som vi gjør når det gjelder likestilling for øvrig. De har også noen grunnleggende krav: inkorporere konvensjonen i menneskerettsloven for å gi den større tyngde, også rettslig, rett til selvbestemmelse, beslutningsstøtte istedenfor vergemål og representasjon fra funksjonshemmede i alle sammenhenger der premisser legges og beslutninger tas. Plattformen gir dessverre ikke noe svar på slike spørsmål, selv om vi snakker om vår største minoritet. Det er

Til forskjell fra andre sykdommer ledsages gjerne rus- og alkoholavhengighet av skyldfølelse og skam over at man har mislyktes med å komme seg ut av elendigheten. Det har i det siste pågått en debatt om gamingens sosiale oppsider, og at disse gjerne undervurderes av foreldre og de av oss som ikke har vokst opp med den gamingkulturen som våre barn vokser opp Samtidig har internett gjort pengespill tilgjengelig på en helt ny måte. Nå er selvsagt verken dataspill eller pengespill problematisk i seg selv – på samme måte som heller ikke alkohol er problematisk i seg selv – men det er avhengigheten og den destruktive kraften som ligger i å være styrt av behovet for å spille, som er problematisk. Jeg husker at mange i min besteforeldregenerasjon hadde et veldig anstrengt forhold til kortspill, og det handlet om faren for å spille seg fra gård og grunn. Det skulle man være forsiktig med. I dag er risikoen for å spille seg fra gård og grunn bare et tasteklikk unna. Når tilgjengeligheten øker, øker også risikoen for avhengighet. Dette er et selvsagt premiss som ligger til grunn for vår restriktive alkoholpolitikk her til lands, men nå er det på høy tid at vi politikere tar på alvor at spilleavhengighet er et økende samfunns- og folkehelseproblem som også må bekjempes med konkret politikk. Derfor er et av gjennomslagene i Granavolden-plattformen noe som jeg er glad for, noe som jeg vil løfte fram her i denne debatten: handlingsplanen mot spilleavhengighet. Jeg er også glad for at regjeringen har forpliktet seg til å – og jeg siterer nå – «føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til spilleavhengige». Kristelig Folkeparti har en lang tradisjon for å fremme politikk som tar hensyn til samfunnets sårbare og utsatte grupper. Derfor er denne handlingsplanen helt etter Kristelig Folkepartis hjerte, og jeg ser fram til at den kommer til Stortinget, for den handlingsplanen kommer til å utgjøre en forskjell for potensielt spilleavhengige og deres familier og barn.

ramses opp, allerede er vedtatt politikk. For øvrig er det en del ganske uforpliktende formuleringer. Det å blåse opp regjeringserklæringen på denne måten – jeg vet ikke helt hva slags strategi det er, men det er mulig det er en strategi for å skape et inntrykk av en erklæring med mye ny politikk. Realiteten er at det tilslører litt av den reelle politiske situasjonen når man også tar med en rekke punkt som allerede er vedtatt politikk. Det er for så vidt ikke så veldig overraskende at en Høyre-ledet regjering vil føre Høyre-politikk på utdanningsfeltet, men alle lærere, rektorer, foreldre og elever bør merke seg at erklæringen inneholder en klar videreføring av Høyres politikk og dermed er et varsko om mer, ikke mindre, målstyring i skolen. Med Kristelig Folkeparti om bord har jo regjeringen nå flertall for å gjennomføre det. det. La meg få lov til å ta et par eksempler knyttet til den problemstillingen. Det ene er det punktet i erklæringen som handler om kartlegging av læringsresultater og offentliggjøring av resultatene på skolenivå. Det betyr i klartekst at lærerne fortsatt skal bruke uforholdsmessig mye tid på prøver, internasjonale tester, nasjonale prøver, osv., osv. Argumentet om at denne testingen fører til mer læring, er et argument som mangler faglig belegg. Forskning tyder tvert imot på at den pedagogiske nytteverdien av de nasjonale prøvene er liten, mens omkostningene for elevene, bl.a. i form av økt stress og press i skolen, er ganske egnet til bekymring. I en doktorgradsavhandling som ble avlagt i høst, er en av konklusjonene nettopp at myndighetenes krav kolliderer med skolelederens og lærernes forståelse av hva som gjør Der står det bl.a.: «Arbeidet for skolens kvalitet blir ikke knyttet opp mot nasjonale prøver, men i læreres kunnskap om hver enkelt elev i den daglige læringsaktiviteten.» Denne regjeringen synes likevel å ha en veldig sterk tro på det å styre skolen gjennom revisjon av testresultater og konkurranse mellom skolene, og det er etter Senterpartiets mening uheldig. Det er et punkt til i erklæringen som er vanskelig å forstå, rett og slett,

at kvinner selv vil få lov til å bestemme hva som er riktig og galt for dem, og at de føler seg trygge og ivaretatt av styrende kvinner med makt. Dessverre har denne regjeringen mange meninger om hva kvinner skal gjøre med egen kropp. Det gjelder dem som ikke ønsker barn, eller ikke ønsker flere barn; de må ta litt mer ansvar, ifølge statsministeren. dem som er ufrivillig barnløse og ønsker barn, vil ikke regjeringen åpne for fertilitetsbehandling dersom man er enslig. Regjeringen vil heller ikke tillate eggdonasjon for å hjelpe flere som ønsker å få barn. Man har også sørget for å innskrenke retten til selvbestemt abort når det gjelder fosterreduksjon. Jeg tror kvinner forventer en helt annen politikk fra en regjering som består av en kvinnelig statsminister, en kvinnelig finansminister og en kvinnelig likestillingsminister. Vi ser dessverre også en utvikling der fødende kvinner har blitt en salderingspost. Vi ser at dagens barseltilbud på mange sykehus ikke er tilstrekkelig, samtidig som tilbudet i kommunene ikke er bygd opp for at

Ifølge Jordmorforbundet vil det, om vi fortsetter med dagens opptrapping, ta 30 år før vi får full jordmordekning. Vi forventer en helt annen grad av forpliktelser fra regjeringen, en konkret plan, at regjeringen innfører en finansieringsordning som gjør det mer attraktivt for kommunene å ansette jordmødre, og vi forventer en plan som gjør at det ikke tar 30 år før vi får full

Et av de viktigste gjennomslagene, som vi kan være skikkelig stolt av, er barnereformen vår. Barnetrygden er samfunnets felles investering i barnefamiliene. Det er også et av de viktigste verktøyene vi har for å bekjempe barnefattigdom. Barnetrygden hadde stått i ro helt siden 1996, fram til vi i fjor høst fikk gjennomslag i budsjettforhandlingene for å øke den med 1 000 kr i

Det skal ikke lenger være sånn at det er størrelsen på foreldrenes lommebok som avgjør hvorvidt barn får oppleve mestring, samhold og opplevelser som bidrar til en trygg og god oppvekst. Når vi vet hvor store konsekvenser barn og unges utenforskap kan få for resten av deres liv og for samfunnet som helhet, vet vi også at dette fritidskortet vil være en god investering som er med på å trygge vår felles

Derfor mener vi at å gjøre om engangsstønaden til en løpende foreldreytelse knyttet til grunnbeløpet, vil kunne gjøre det enklere for unge par å få barn dersom de ønsker det. Dette gjennomslaget innebærer i realiteten at foreldrepengene får et minstenivå på 1 G, altså 96 883 kr, som vil justeres årlig i takt med pris- og lønnsveksten. Det er en økning på hele 177 pst. siden 2014.

Kommunene er de som bygger skoler og ansetter lærere, men regjeringen bryr seg kun om hvordan de kan tre alle kommunene inn i sine formkrav. Infrastruktur i hele landet avhenger av kommuneøkonomi og forutsigbarhet. Det er de private barnehagene som nå sliter med økonomien og må legge ned fordi uten at inntektene følger med – de kjenner seg nok ikke igjen i Solbergs utsagn. Resultatene i skolen går rett vei, sier statsministeren. Parlamentarisk leder i Høyre peker på at mastergradsutdanning av lærere gir gode resultater i skolen, før de første lærerne med ny utdanning er ferdig med å studere. Faktum er at flere elever får «ikke vurdert» i videregående opplæring. En ny OECD-rapport peker på at kjønnsforskjellene i mestring av skolen er større i Norge enn i de fleste andre land. Dette er tydelig når 90 pst. av jentene på studiespesialisering består videregående opplæring i løpet av fem år etter at de begynte, mens 57 pst. av guttene på yrkesfag lykkes med det samme. Barn og unge skal få vokse opp og utvikle seg og sine evner, fortsetter Solberg. Hvordan skal de det? Er det i de større og mer effektive konkurranseutsatte barnehagene og skolene? Er det når lærerne og elevene får pålagt lengre skolehverdag, mer realfag i ungdomsskolen og mer engelsk i videregående opplæring? Senterpartiet har sagt det før, og vi sier det igjen: Elevene blir ikke mindre skoletrøtte og mer motivert om vi tilbyr dem mer av det som ikke fungerer. Elevene må få praksis. Statsministerens lovnad om 10 000 nye mattelærere i tidsrommet 2013–2018 er det også grunn til å etterlyse, da summen av nye sysselsatte i grunnskolen med godkjent mattekompetanse er langt mindre. Faktum er heller at kompetansekravet, med tilbakevirkende kraft, gjør flere lærere ufaglærte, stiller flere i etter- og videreutdanningskø og gjør færre motivert for å gjøre verdens viktigste jobb: å være en god lærer. Jeg vil også føye meg inn i den lange rekken av representanter som har gratulert Norge med den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985. Det er en viktig milepæl, som danner grunnlaget for en trygg og forutsigbar styring av landet de neste årene. Og det er spesielt viktig akkurat nå, all den tid vi både har ambisiøse planer som skal gjennomføres, og store utfordringer som skal løses. I motsetning til hva man kan få inntrykk av når vi hører på opposisjonen i denne debatten, peker pilene i Norge i riktig retning. Det vi hører fra Arbeiderpartiet i dag, er en blanding av hul kritikk og idétørke. Vel, dem om det, vi er mer opptatt av å lete høyt og lavt for å føre en politikk som skaper konkrete resultater. Derfor har denne regjeringen innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere, og vi ser nå at antallet unge på sosialen går ned. Derfor er jeg veldig glad for at vi fire borgerlige – eller ikke-sosialistiske – partier i Granavolden-erklæringen står sammen om å utvide aktivitetsplikten, for vi vet at det å stille krav til den enkelte er å bry seg. Dette står i sterk kontrast til Arbeiderpartiet, som stemte imot da dette ble innført, og som kuttet pengene til tiltaket i sitt alternative budsjett. De har altså stilt seg på trygdelinja til SV. Arbeiderpartiet sier at folk må tåle midlertidighet i arbeidslivet. Ja, nøyaktig like stor andel av ansatte i Norge er midlertidig ansatt nå som da Arbeiderpartiet satt i regjeringskontorene. Men dette passer vel antagelig ikke inn i Arbeiderpartiets historiefortelling. Høyres viktigste politiske prosjekt er å bygge et bærekraftig velferdssamfunn, og en forutsetning for å klare alle de utfordringene som det innebærer, er høy arbeidsdeltakelse, at alle som kan bidra, inkluderes i arbeidslivet. Derfor satser vi på å kvalifisere flere til en jobb, på at det alltid skal lønne seg å jobbe, og på å arbeidsrette Nav. Vi gjennomfører en inkluderingsdugnad for å inkludere flere i arbeidslivet, samtidig som vi målretter ytelsene til dem som trenger det mest. Flere representanter fra opposisjonen har i denne debatten påpekt at den nye regjeringsplattformen inneholdt gjenkjennelig Høyre-politikk. Det synes jeg egentlig var hyggelig og raust Uforutsigbarhet er det ingen som liker, og velgerne har nå i to valg på rad gitt klar beskjed om at de egentlig liker Høyre-politikk. Så gjenkjennelig Høyre-politikk tenker jeg er en fin medalje å skilte med og en fin start på utvidelsen av den borgerlige regjeringen. Representanten Huitfeldt hevdet i sitt innlegg at forsvarsbudsjettets andel av brutto nasjonalprodukt ikke er

Men viktigere enn denne prosentsatsen er hva man legger inn – faktisk – av kroner i forsvarsbudsjettet. Forsvarsbudsjettet har faktisk økt med 16 mrd. kr siden 2013. Så sa Huitfeldt noe annet som jeg reagerte på: Arbeiderpartiet satser på Hæren og på stridsvogner. Ja, gid det var så vel! I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett la man inn 70 mill. kr – omtrent nok til en halv Da denne regjeringen overtok i 2013, igangsatte forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide og forsvarssjefen en grundig gjennomgang av Forsvaret. Konklusjonen var – etter mange år med tåkeprat og fortrengning – at Forsvaret var under styrt avvikling. Regjeringen handlet umiddelbart og har startet oppbyggingen av Forsvaret, steg for steg: Først settes det Forsvaret vi har, i stand, så øves det mer, og så investeres det i nye systemer. Representanten Navarsete var opptatt av mangel på maritim overvåkingskapasitet. Ja, det er også regjeringen. Derfor kjøpes det inn fem nye fly, verdens mest avanserte overvåkingsfly. Senterpartiet la ikke inn nye overvåkingsfly i sin alternative langtidsplan. Hærens natur er evne til reorganisering og mobilitet. Hæren er ikke et stasjonært festningsverk i indre Troms. Det er en grunn til at deler av Hæren nå flyttes til Finnmark; det er fordi trusselbildet er endret. Det er en krevende politisk oppgave å erstatte de aller fleste av Forsvarets hovedkampsystemer når de går ut på dato omtrent samtidig. Det kjøpes nye kampfly, nye ubåter og nye kystvaktskip, og hovedsystemene i Hæren fornyes. Derfor har denne regjeringen bare i statsbudsjettet fra 2018 til 2019 økt budsjettet med 4 mrd. kr. Investeringsandelen i forsvarsbudsjettet er faktisk på Derfor ligger vi nå godt over NATO-kravet på 20 pst. Konklusjon: Regjeringen er godt i gang med å gjenreise forsvarsevnen, men vi er ikke i mål. Vi har snudd, og vi akter å fortsette på den kursen vi har staket ut. Et av temaene som har gått igjen i dagens debatt, er det nye regelverket og praktiseringen av naturalytelser. Arbeiderpartiet er selvsagt for at arbeidsfolk skal få betalt lønn for arbeidet sitt, slik at de opparbeider seg både pensjon, ferie og andre rettigheter. Men sjelden har vi opplevd så mye usikkerhet, forvirring og kaos med et regelverk som det vi har hatt den siste tiden. Det gjelder frivillig sektor, festivaler, idrettsarrangementer, sponsorat, avtalefestede ordninger, personalrabatter – for å nevne noen. Det er ikke gitt at endringen vil medføre økt lønn til de ansatte, men den kan få uheldige bieffekter. Vi tror derfor det er klokt om regjeringen tar en ny runde for å se på utilsiktede effekter, slik finansministeren antydet tidligere i dag. Sist mandag var jeg på bedriftsbesøk hos Dale of Norway. De har 90 ansatte. I 140 år har de holdt til i Vaksdal, en kommune ved Bergensbanen mellom Bergen og Voss. De produserer en av våre sterkeste merkevarer. Det er litt sånn kjerringa mot strømmen at Norge klarer å konkurrere globalt innen trikotasjeindustri. Det har vært oppgangs- og nedgangstider, men nå går det veldig bra, og i perioder har de tre skift for å ta unna Siden 1956 har de utstyrt våre alpinstjerner med nye designgensere, og nå utstyrer de også håndballaget. De ansatte er utrolig stolte av kvalitetsproduktene de produserer, og er noen av bedriftens viktigste ambassadører når de markedsfører nye produkter, spesielt i sosiale medier. Dale of Norway sponser også Skarverennet, og noen av de ansatte får hvert år delta i Den viktigste saken som Dale of Norway tok opp, er nettopp de nye reglene for personalrabatter, som de frykter – og det sa de rett ut – vil svekke salget av Dale of Norway-produkter. Ledelsen var tydelig på at det nye regelverket vil være så omfattende å administrere at de vil velge å kutte ut alle sponsorat og personalrabatter. De frykter at produktene ikke vil komme ut på samme måte som tidligere, og de frykter at det også vil få konsekvenser for arbeidsplasser, framtidig rekruttering og ikke minst hjørnesteinsbedrifter som Dale of Norway. De forundres over at det er en Høyre- og Fremskrittsparti-regjering som står bak det nye regelverket, og det er først og fremst vanlige arbeidsfolk som rammes. De har fått med seg at gratis parkeringsplasser, som stort sett er for ledelsen, ikke beskattes. De nye reglene oppfattes som smålige og tar vekk noe av det limet som gjør at konkurransedyktige hjørnesteinsbedrifter som Dale of Norway får leve videre. Dagens regjering er opptatt av å videreføre Stoltenberg II-regjeringens arbeid med å forenkle og redusere, men man oppfatter at dette er det stikk motsatte og vil føre til økt byråkrati. Arbeiderpartiet oppfordrer derfor regjeringen til å ta en ny runde og se på hvordan regelverket for naturalytelser kan forstås og praktiseres langt bedre.

her i dag. Og så hopper de vaklende bukk over at politiet selv nå slakter nærpolitireformen, som har gjort Norge mer utrygt, særlig i distriktene. Og de holder seg for ørene når ansatte og befolkning desperat roper for å redde sykehusene sine, som skal sentraliseres vekk, eller studielinjer og campuser som lider samme skjebne. Man vifter bare vekk ordføreropprop og kommunedelegasjoner som fortvilet forsøker å få tilbake selvråderetten over vannkraft og skatteinntekter, slik at de kan klare å gi innbyggerne det de har krav på av tjenester. Lytte gjør regjeringspartiene ikke. Og de tar definitivt ikke kritikken som mange nå gir dem, for at man mister tjenester, tilbud og statlige arbeidsplasser rundt om – for den utviklingen har jo fagmiljøene bestemt at må til, altså de miljøene som regjeringspartiene er skikkelig glad for at kan ta støyten når man er i gang med dette storstilte sentraliseringsprosjektet. Robuste fagmiljøer trumfer nemlig glatt samfunnsutvikling og det å ta hele landet i bruk – hver bidige dag med Høyre og Fremskrittspartiet ved makten. Der i gården betyr det lite at ikke alle distrikter og folkegrupper får tilgang på de samme tjenestene, så lenge man kan gi

Vel, det finnes mange i Løvaas’ kommende tvangssammenslåtte region som mener det samme som meg og Senterpartiet, f.eks. redaktøren i TA, Telemarks aller største avis, som denne uken slo fast at regjeringen demonterer Distrikts-Norge og Telemark. Eksemplene hans er så mange og så grove at det for meg er totalt uforståelig at regjeringen ikke skifter kurs, blar opp pengene som skal til i nærpolitireformen, og slutter med sentraliseringen. Men så skjer ikke, for som stadig flere oppdager – uten at vi i Senterpartiet trenger å fortelle dem det: Erna & co. bryr seg ikke om hele Norge.

Jeg synes vi fikk det illustrert veldig godt allerede etter første innlegg. I replikkene til Jonas Gahr Støre var det første spørsmålet fra Høyres parlamentariske leder, som mente Arbeiderpartiet skapte usikkerhet om olje, mens det neste spørsmålet kom fra Venstre, som mente at Arbeiderpartiet stoppet all debatt om olje. Vi hører et regjeringslag som spriker i alle retninger. Da de i desember ble enige om et statsbudsjett, endte de opp med å skjelle hverandre ut for to flasker vin. Da de var ferdig med erklæringen, var det ingen jubel å se – det var en dyster gjeng som møtte pressen. Men hvem kan klandre dem? Dette er ikke en erklæring det er grunn til å være veldig entusiastisk over. Erna Solberg er blitt en historisk Høyre-leder og statsminister for Norge. Hun ble historisk da hun la abortloven på bordet for å trekke til seg Kristelig Folkeparti. Norske kvinner Høyre. Nå har vi faktisk for første gang på over 40 år siden loven ble vedtatt, fått innstramninger i abortloven. Hun ble også historisk som Høyre-leder da hun lot Fremskrittspartiet holde på i fri dressur med sine høyrepopulistiske utspill. Selv om vi dessverre er blitt vant til mye,

Norge er ikke blitt et helt annet land med høyreregjeringen, men vi går i feil retning. Skritt for skritt øker forskjellene mellom folk. Det er skattekutt for dem som har mest, og det er kutt for dem som har minst. Det er både usolidarisk og urettferdig. Arbeiderpartiet vil noe annet. Vi vil løse de store oppgavene sammen. Vi vil ikke privatisere vår felles velferd. Vi vil sikre at alle har trygge, faste jobber. Vi vil investere i skole og helse, for det er så utrolig mye viktigere at ungene har nok lærere, og at elevene har en helsesøster å gå til, enn at de rikeste får litt mer penger i lommeboka. Vi vil ta større grep om vår største oppgave, nemlig Det krever politikere som tenker klima i alt de gjør. Og vi vil ha et Norge som inkluderer alle, som har nulltoleranse for rasisme, og som feirer Pride. Våre menn og kvinner skal vite at deres rettigheter aldri vil bli gjort til et Tidligere i denne debatten hørte jeg at statsministeren viste til Gini-koeffisienten for å bevise at forskjellene ikke øker i landet under hennes lederskap. Men jeg trenger ingen graf for å se at forskjellene faktisk øker. Jeg ser det når høyreregjeringen legger ned fengsler med arbeidsplasser i uten tilstrekkelig omstillingsmidler, slik at folk ender opp uten jobb og med en usikker framtid. Jeg kjenner det langt inni hjertet mitt når kvinners rett til å bestemme over egen kropp blir et forhandlingskort for å danne regjering. Jeg hører det i samtaler med fortvilte politifolk som må avvise ofre for kriminalitet i døra, fordi politireformen er underfinansiert. Og jeg forstår det når vanlige folk står i kø i domstolene, mens røverne får strafferabatt. Derfor trenger jeg ikke ytterligere bevis, og derfor er jeg så glad for at Arbeiderpartiet i stedet fører en politikk som styrker fellesskapet, der vi stiller opp for hverandre, og der vi løser de største oppgavene i

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti har de siste fem og et halvt årene stått sammen om en historisk samferdselssatsing. Samferdselsbudsjettet er økt med 75 pst. siden vi overtok i 2013. Vi har fått på plass en svært ambisiøs Nasjonal transportplan, og vi skal bruke mer enn 1 000 mrd. kr på å bygge og vedlikeholde viktig infrastruktur de kommende tolv Det er helt avgjørende for at vi skal ha verdiskaping og utvikling i hele landet, for at folk skal komme seg trygt til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter, og for at varene kommer raskt og effektivt ut til markedene. Satsing på samferdsel er distriktspolitikk i praksis. Når vi reiser rundt i Norge, finner vi spennende bedrifter i alle deler av landet, bedrifter som er helt i verdenstoppen innenfor sine områder. God infrastruktur er en forutsetning for at disse bedriftene kan drive sin virksomhet og skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser. Gjennom samferdselssatsingen bygger vi gode hverdagsregioner i hele landet. Det er ikke nok å bruke mer penger på samferdsel. Vi må også bruke pengene smartere. Derfor gjennomfører vi viktige reformer. Etableringen av Nye Veier har vært en suksess. Viktige transportårer blir bygd ut mer sammenhengende og til en lavere Det gjør at vi får mer igjen for pengene, og at andre viktige samferdselsprosjekter kan gjennomføres raskere. I den nye regjeringsplattformen fortsetter vi denne satsingen og utvider porteføljen til Nye Veier. Nye deler av landet skal bygges ut, samtidig som overføringene til selskapet økes. Det er gode nyheter for alle som er opptatt av å bygge hele Norge, og et tankekors for som har stemt mot alle disse reformene, og som var mot etableringen av Nye Veier. Transportsektoren må ta en stor del av klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. I motsetning til representanten Nævra fra SV har jeg faktisk stor tro på at vi skal klare de ambisiøse målsettingene regjeringa har i regjeringsplattformen. Vi er allerede godt i gang. Jernbanen blir bygd ut i et tempo vi ikke har sett før, og flere reiser kollektivt. Regjeringa har forpliktet seg til å følge opp bysatsingen og finansierer 50 pst. av store kollektivprosjekt. Avgiftsfritaket for elbiler videreføres, og i 2018 har vi sett at så mye som en tredjedel av nybilsalget utgjøres av nullutslippsbiler. Det bygges lav- og nullutslippsferger i stort tempo. I løpet av et par år vil så mye som 70 ferger være lav- og I mitt hjemfylke Møre og Romsdal bygger Hurtigruten, Havila og Color Line store passasjerskip med batteriløsninger som gjør at man kan seile utslippsfritt i norske fjorder og inn til kai. Transportsektoren er i stor endring. Denne regjeringsplattformen bygger opp om den store

Jeg mistenker dem for det. Jeg håper Kristelig Folkeparti klarer å holde igjen på akkurat dette i de årene de skal sitte sammen med disse folka i regjering. Jeg håper virkelig de gjør det, men jeg tviler på at de klarer det. Realiteten er at vi får representanter fra høyrepartiene som kommer opp her som et tog og hevder at kommunene forvalter

ikke går? Og hva gjør de da? Det skjuler høyrerepresentantene og Sylvi Listhaug. Da løste de det ved å øke de kommunale avgiftene. Men det er liksom ikke en skatt. Selvfølgelig er det det. Vi må en gang for alle få skutt ned denne forståelsen om at skattelettelser er gratis. Det finnes ingenting som heter gratis lunsj i noen økonomisk modell, modell, heller ikke i den norske. Oppå dette kommer følgende, som ikke har blitt sagt i denne debatten: Dette er mulig for dem fordi de bruker oljepengene. De smører budsjettene sine med oljepenger og bruker opp neste generasjons kapital for å finansiere denne liberalistiske økonomiske politikken. Nå er Venstre og Kristelig Folkeparti med på toget. Jeg synes det er utrolig trist. neste generasjons kapital for å finansiere denne liberalistiske økonomiske politikken. Nå er Venstre og Kristelig Folkeparti med på toget. Jeg synes det er utrolig trist. Jeg er glad for at regjeringen vil ha en enda sterkere satsing på samfunnssikkerhet og beredskap og et sterkere forsvar. Det er viktig at plattformen slår fast at Norge skal bevege seg ytterligere i retning av 2-prosentmålet. Uten trygghet for sikkerhet og fred, ingen utvikling. Noe av det som uten tvil innebærer nye muligheter for innovasjon og verdiskaping, men som samtidig utfordrer oss, er digitaliseringen. Den skaper nye dilemmaer, nye trusler og rom for nye former for kriminalitet i cyberdomenet. Vi skal bli flinkere til å gripe de mulighetene som ny teknologi, digitalisering, «big data» og robotisering åpner for. Samtidig må vi erkjenne den sårbarheten dette innebærer, og gjøre mer for å redusere risikoen for alvorlige dataangrep. Her har vi vært til dels for naive, la oss være enige om det. Det kan gå på grunnleggende personvern, kritisk infrastruktur og nasjonale sikkerhetsinteresser løs. Derfor blir diskusjonen om etablering av et digitalt grenseforsvar, som våre naboland har, viktig. Har vi strukturer, tverrsektorielle enheter som kan fange opp nye, diffuse, hybride trusler tidlig nok og effektivt nok sette sammen puslespillbrikkene? Vi må løfte debatten om hvordan vi skal styre og kontrollere utenlandske oppkjøp og investeringer. Hvordan skal vi beskytte oss mot og sile ut selskaper som indirekte kan ha koblinger til fremmed statlig etterretning? Involvering og utbygging, drift og investeringer i kritisk infrastruktur er en sak som berører nasjonale sikkerhetsinteresser, og som bør håndteres i henhold til det. Derfor bør vi merke oss PSTs råd om at selskaper fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, må begrenses fra å investere i og jobbe med ekomnett og annen kritisk infrastruktur. Desinformasjon virker, skrev NUPI-sjefen nylig. Hvordan skal vi øke motstandskraften og slitestyrken i det norske samfunnet? Hvordan skal vi gjøre befolkningen, og særlig den oppvoksende generasjon, mindre sårbar for styrt desinformasjon og manipulasjon av meninger gjennom sosiale medier? Her må vi tenke nytt og trekke erfaringer fra andre land som er kommet lenger på dette feltet enn oss. Det blir spennende debatter framover. De blir krevende. De vil kreve en styrket sivil beredskap og samfunnssikkerhet, en revitalisering av totalforsvaret og et enda tettere samarbeid med våre venner og allierte internt i NATO og i Det europeiske fellesskapet. Nasjonal transportplan 2018–2029 ble behandlet i Stortinget for litt over ett og et halvt år siden. Flertallet som står bak dagens NTP, består av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Nå er alle disse partiene i samme regjering og skal gjennomføre politikken. Flertallsregjeringer er handlekraftige. Dette gleder Venstre. Vi var og er svært fornøyde med dagens NTP. Det er en flott fordeling mellom vei og bane og gode prioriteringer mellom by og distrikt – dette skal nå gjennomføres. Venstre er også opptatt av at framtidens transportsystem er elektrisk. Elbilfordelene videreføres, flere og flere ferger blir bygd og satt i drift. Ikke bare er de uten klimagassutslipp, de er også stille, og sjøluften kan nytes og sveler og vafler serveres. Det grønne skiftet er i gang, og ikke bare det: Det blir grønn vekst av dette. Næringsliv som satser grønt, vil ha gode framtidsutsikter. Vi har fått en stor biogassproduksjon på en robotbasert batterifabrikk, med kostnader på 100 mill. kr, i Trondheim. Kanskje får vi hydrogenproduksjon i Glomfjord igjen. Venstre er teknologioptimister og vil løse utfordringene ved å ta i bruk vår hjernekapasitet og utnytte våre rike naturforekomster. Utsiktene er gode. Ikke bare blir transportsektoren grønnere, men den grønne produksjonen av varer og tjenester stiger. Granavolden-plattformen sier at landbrukssektorens CO2-utslipp skal ned. Anleggssektorens bruk av fossilt brennstoff skal være utfaset innen få år. Verstingen når det gjelder skadelige utslipp i dag, er våre hurtigbåter. De er veldig viktige for å få gode bo- og arbeidsregioner. Her er det nå skapt optimisme etter statlige Klimasats-penger og fylkeskommunal framsynthet, og Enova er sterk i troen på batteri og hydrogen. I tillegg har Enova mye penger. De har fått overført penger gjennom de fire partienes statsbudsjetter de siste fem årene. Entusiasmen hos norske båtbyggere er stor, og vi får snart se resultatene av forskning, innkjøpskrav og gode rammevilkår. Det kan skape fantastiske muligheter både nasjonalt og internasjonalt. Det blir grønn vekst av slikt. Det som fikk meg til å be om ordet, var statsministerens bidrag i debatten. Det har riktignok kanskje hendt før at regjeringer har vært fornøyd med seg men maken til selvskryt som det vi hørte her i dag, må en vel lese den amerikanske presidentens twitterkonto for å finne maken til. I tillegg tillater statsministeren seg å belære oss om hvordan opposisjonen skal delta i debatten i Stortinget. Jeg kan love statsministeren at vi kommer ikke til å begynne å bruke de stikkordene som spinndoktorene i Høyre har sagt at alle Høyres representanter skal bruke, og stå her og bare hylle regjeringa. Når vi ser at forskjellene i landet øker dramatisk, når vi ser at de lavest lønnede får stadig lavere lønninger samtidig som de høyeste lønningene stiger og går ifra,

der åpenbare feil i et regjeringsdokument til Stortinget ble omtalt som at det var upresist. Vi avslørte at statsministeren sa direkte feil i høringen i komiteen, og presterte å bruke nyordet «feilopplevd» og sa at Stortinget hadde feilopplevd det hun sa. Vi har hørt det her i dag også: Når elavgiften økes med 5 øre og reduseres med 1 øre, presenteres det av statsministeren som at elavgiften har blitt redusert. Og påstanden om 5 500 færre ansatte, som statsministeren kom med fra talerstolen i dag, er uttrykkelig gjendrevet, for når en trekker fra at Den norske kirke, Bane NOR, Folkehelseinstituttet og deler av Kystverket er skilt ut, er faktum at det i den statlige, sentrale forvaltningen. Ja, vi skal diskutere basert på fakta, men vi skal ikke diskutere basert på statsministerens alternative sannhet. Det har vært en lang dag og en ganske svart-hvitt dag, etter mine begreper. Det har vært en merkelig opplevelse som fungerende partileder å høre beskrivelsen av eget parti fra utsiden. Jeg lurer på hvordan det hadde vært hvis Kristelig Folkeparti hadde gått til den andre siden – om vi hadde blitt Arbeiderpartiet da, eller om vi hadde fått lov til å være vårt eget parti. Så har jeg lyst til å stille noen spørsmål, for det kom et angrep på ideelle aktører og at de nå hadde det fælt: Hvem har løst de historiske pensjonsordningene for ideell sektor? Hvem har øremerket midler til de organisasjonene som ikke har avtale med spesialisthelsetjenesten? Hvem har skrevet i plattformen at omsorgstjenester for dem som ikke vil ha spesialisthelsetjenestehjelp, men ønsker å være hos ideelle aktører for sin rusomsorg, skal få lov til å få muligheten til det? Hvem har fått sitt eget kapittel om ideelle aktører i en regjeringsplattform? Og jeg spør: Hva har Virke sagt om det som står om ideelle aktører i Og hvem var det som ikke ville gi støtte til Frelsesarmeens arbeidsplasser i Oslo, men som regjeringen måtte gi støtte til? Jeg bare spør: Hvem? Eg ynskjer å starta innlegget mitt med å gratulera landbruksminister Bollestad med oppgåva. Eg er

på norske ressursar enn tidlegare. Me skal fylgja med, og me skal vera kritiske, men eg ynskjer Bollestad lukke til. Det vert brukt mykje på veg innan samferdsel. Me fylgjer faktisk opp den førre NTP-en, i alle fall nesten. Men når ein ser kva som skjer på fylkesvegar, i alle fall i Hordaland og i Sogn og Fjordane, vil Senterpartiet ha ei eiga satsing på fylkesvegar der ein tek omsyn

og Bergen på Bergensbanen utsett. Det er framdrifta. Det er mykje fokus på at Nye Vegar er ein suksess. Ja, det skulle berre mangla. Når ein lagar eit selskap og gjev det heilt andre rammevilkår enn kva Vegvesenet nokosinne har hatt til vegbygging, skulle det berre mangla om dei ikkje klarer å byggja betre vegar. Det er bra at ein får meir veg for pengane, men å seia at det er ein enorm suksess fordi ein gjev eit selskap heilt andre rammevilkår enn ein gjev Vegvesenet, vert omtrent som å stilla med 40 meter tillegg. Kanskje hadde ein kome raskare i gang om ein hadde laga ei eiga avdeling i Vegvesenet og late dei fått dei same rammevilkåra som Nye Vegar

for en del av de unge som hadde psykisk sykdom og var alvorlig syke. Det ser ikke ut som regjeringen eller representanter fra regjeringspartiene bryr seg om dette, men det må de, for det er alvorlig det som nå skjer med dem som har hull i cv-en og har det vanskelig. Hva foreslår SV? SV foreslår aktivitetsplikt for Nav. Nav. SV foreslår at arbeidsavklaringspenger må vare så lenge at man er ferdig avklart, at man har rett til å stå i tiltaket til man har fått nødvendig kompetanse til å få en jobb. SV foreslår mer ressurser til Nav, slik at de har tid til å følge opp den enkelte og gi dem rett tiltak – og ikke bare måke dem inn på et ledig tiltak, slik Nav-ansatte nå Og vi foreslår mer penger til tiltaksplasser. Dette er en virkelig arbeidslinje. Det regjeringen holder på med, er en fattigdomslinje, og det ser vi resultatet av nå, for nå øker sosialhjelpsutgiftene i hele landet. Norsk ruspolitikk gjennom de siste 20 årene har vært et kontinuerlig oppgjør med feilslåtte analyser, handlingsplaner og

bygater, via Thorvald Stoltenbergs rapport fra 2012, til Høyres landsmøtevedtak i 2017, via Jeløya-plattformen og nå altså Granavolden-plattformen, som har sin forankring i Kristelig Folkeparti. Hele denne tiden har Venstre stått fast på å føre en konsekvent sosialliberal ruspolitikk. Når Portugal-modellen nå oversettes til norsk i form av en avkriminaliseringsreform, overføres en hel gruppe utsatte mennesker fra en stigmatisert tilværelse i regi av politi og påtalemyndighet til et helsevesen som skal møte dem med somatisk behandling og terapi. I oppspillet til Granavolden var det mange som fryktet at forhandlingene ville bidra til å endre kursen på den reformen som de to siste årene har blitt vedtatt med solid flertall i Stortinget. Når det ikke skjedde, skyldes det ikke bare godt politisk arbeid fra reformens fødselshjelpere, men like mye en anerkjennelse av den internasjonale utviklingen som i stadig større grad har beveget seg bort fra Nixon-administrasjonens «War on drugs» i begynnelsen av 1970-årene til en mer kunnskapsbasert tilnærming. I løpet av det siste året har vi vedtatt en ny sprøyteromslov, det er åpnet for heroinassistert behandling i Bergen og Oslo, og en gjennomgang av norsk LAR-behandling er i gang. Likevel var det 247 som døde av overdose i Norge i 2017 – et altfor høyt tall. Mitt verdisyn i ruspolitikken er skapt gjennom mange besøk i behandlingsmiljøer. Jeg har erfart det stigma som preger disse miljøene, den konstante fattigdommen, underernæringen, den dårlige tannhelsen, de åpne sårene, arrene etter sprøytestikkene og den inngrodde mistenksomheten som preger deres sosiale omgang. Kontakten med mennesker på LAR har lært meg mye om legeprofesjonens tidvise utilstrekkelighet på dette feltet, om usikkerheten i behandlingsapparatet og mangelen på toleranse og frykt for å lytte og erfare. Jeg vet at mange lever i stadig angst for å bli rapportert av sine kolleger etter å ha behandlet sine ruspasienter på en tvers gjennom human måte ved å tilby dem medisiner som har best virkning, og som gir mest verdighet og størst livskvalitet.

Men det en blir målt på i klimapolitikken til sjuende og sist, er jo ikke evnen til å formulere seg i fine ord og vendinger og kalle ting grønt skifte. Det er hva som skjer praktisk og konkret. Et av de grepene som Stortinget ved gjentatte anledninger har bedt regjeringen komme opp med, er et CO 2 -fond for næringstransporten. Næringstransporten står for av utslippene i Norge. Det er et særdeles viktig grep. En har aktører innenfor næringen som både ser utfordringene, som ønsker å ta ansvar, og som til og med presenterer konkrete løsninger. Men forhandlingene med regjeringen står på stedet hvil. Eller som vi fikk greie Det var ikke bare det at forhandlingene sto på stedet hvil, forhandlingene hadde ikke startet engang, ifølge NHO-sjefen, som sammen med andre næringsorganisasjoner er i forberedende samtale med regjeringen. Det er over et og et halvt år siden – i juni 2017, i forbindelse med revidert – at det kom en klar bestilling fra Stortinget til Stortinget til regjeringen: Stortinget ber regjeringen starte forhandlinger med berørte næringsorganisasjoner om et CO 2 -fond. Med en regjering som i ord og vendinger snakker om at en er opptatt av å gjøre noe med hensyn til klimaforhandlingene og klimaproblemene, har etter et og et halvt år fortsatt ikke de forhandlingene startet. NHO-sjefen sier at hvis det ikke blir noen framdrift nå, og hvis en ikke er villig til å komme næringen i

høy, ventetiden så kort som mulig og at pasienten skal bli hørt i alle deler av helsetjenesten.» Vidare står det: «Gjennom en oppdatert nasjonal helseplan skal de overordnede prioriteringene for helsetjenestene gis, samtidig som det enkelte sykehus gis handlingsrom og fleksibilitet slik at behandlingen kan bli best mulig. Regjeringen vil jobbe for et helhetlig og trygt fødetilbud i små og store sykehus.» Dette høyrest jo veldig flott ut.

våren, og opp mot 30 rehabiliteringssenger skal fjernast. Folk er fortvila over at helseføretaket skal spara pengar for å klara å investera i nytt sjukehus, og at opp mot 200 årsverk skal vekk. Er det verkeleg dette som er pasientens helseteneste? Pasientar står no med faklar i hendene i alle byar i Møre og Romsdal og protesterer mot Og ikkje berre i Møre og Romsdal; i Valdres kjempar dei òg for sitt DPS og mot nedbygging av sengene i psykiatrien. Den 12. februar kjem faklane til Karl Johan. Da skal det vera fakkeltog mot nedlegging av Noregs største akuttsjukehus, Ullevål. For å seia det forsiktig: Det vert eit krevjande sjukehus for dei nye regjeringspartia. Senterpartiet vil sørgja for at demontering og sentralisering av akuttilbod og psykisk helsevern

Men vi ser ei anna verkelegheit. Vi er på sporet av noko nytt, for ein annan politikk. Eg vil avslutta innlegget mitt med å låna orda til Kate Næss, frå diktet På sporet: «Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke så langt herfra Den ligger forhåpentlig i nærheten av det

Råvaren er en stor del av forklaringen bak den skandinaviske suksessen, sa Pettersen. Skandinavia har gode råvarer og en fantastisk tradisjon for matlaging. Han brukte purrestokk fra Jæren og trøffeltang fra Lofoten. Det skjedde i Frankrike. Vi har både eksotiske og flotte råvarer, vi har kokker helt i verdenstoppen, og vi er synlige i verden. I kveld tok Norge faktisk sin ellevte medalje og er dermed det landet som har fått flest medaljer i denne konkurransen. Det er på sin plass å gratulere Christian André Pettersen og hele det norske teamet, og alle dem som har gått foran ham etter 1987. Dette betyr enormt mye for norsk matkultur og rekrutteringen til kokkefaget. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske Kristelig Folkeparti velkommen, og gratulere Olaug V. Bollestad med den nye rollen som landbruks- og matminister. Ministeren hadde ilddåpen på Jæren denne uken, på et av de største møtene innen landbruket med over 700 deltakere. Det vil jeg si hun klarte med glans. Harald Birkevold i Aftenbladet skrev i dag i en kommentar at landbruksminister Olaug V. Bollestad blir en verdig motstander for Senterpartiet. Det må jeg si er en god begynnelse. Landbruket er og har vært viktig for regjeringen, og det går heldigvis bra i norsk landbruk. Regjeringen vil fortsette å ta vare på det unike ved norsk matproduksjon, som lav medisinbruk, høy dyrevelferd og en lang verdikjede. Vi skal være stolte av den norske bonden, og det har vi all grunn til. Norske bønder er framoverlente, endringsvillige og spydspisser for norsk matproduksjon. Kun fantasien setter grenser for hvilken retning en kan ta. På Toten skal de nå starte eksport av flatbrød lagd på poteter. Disse skal til Singapore. Norsk laks har allerede en høy stjerne i internasjonal sammenheng. På Toten har

Mat er et av våre mest grunnleggende behov utenom søvn, men det er også kultur, omdømme, fellesskap, turisme og merkevarebygging. Vi skal være stolte av norsk matkultur, og det har vi all grunn til å være. Noreg er

mot. I eit velferdssamfunn som det norske vil etterspørselen av offentlege tenester auke kontinuerleg. Denne utviklinga blir driven fram av innbyggjarane sjølve, men ikkje minst av oss politikarar. For at Noreg skal kunne bli eit endå smartare samfunn, der innbyggjarane får ta del i digitaliseringas gevinstar, treng vi ein offensiv offentleg sektor, ein god innovasjonsdrivar med ein forvaltningskultur som mogleggjer digital utvikling og deltaking frå alle ulike aktørar. Vi treng òg kompetanseheving, der alle blir sette i stand til å forstå endringane og sjå moglegheitene som ligg i digitalisering og teknologiutvikling. Regjeringa vil at Noreg skal vere leiande i å anvende nye digitale moglegheiter i alle sektorar. Vi har dei aller beste føresetnadene for å lukkast. Eg synest det er flott at vi no har fått ein digitaliseringsminister. Sektorane ligg hardt meisla i norsk politikk, og det har til å skape tverrsektorielt engasjement med forståing for dei ulike sektorane sitt behov når det gjeld digitalisering. For å hauste desse gevinstane er vi nøydde til å tenkje nytt rundt offentleg tenesteproduksjon, og vi er nøydde til å dra vekslar på at digitalisering no nettopp kan sjåast i eit heilskapleg perspektiv. Vi veit at kommunal sektor på fleire område er sjølve nøkkelen til å hente ut samfunnsgevinsten. Difor ser eg fram til å kunne følgje arbeidet til vår nye minister. Når vi kanskje snart begynner å se slutten på denne debatten, har jeg lyst til å si noen ord om hvorfor jeg som likestillingspolitisk talsperson for Venstre her på Stortinget nok er blant de mest fornøyde med denne regjeringsplattformen. Jeg er glad fordi vi har fått en solid regjeringsplattform som gir et godt grunnlag for å drive en god, aktiv og inkluderende likestillingspolitikk. Spesielt glad er jeg for at Venstre endelig har fått ansvaret for dette området i regjering, et ansvar som har stått høyt på vår ønskeliste, og et område som både nå og historisk sett har vært svært viktig for partiet. Likestillingen har kommet langt siden Venstre som første parti fremmet forslag om stemmerett for kvinner, men mange kamper gjenstår ennå. Venstre heier på det moderne mangfoldssamfunnet med plass til alle, hvor alle kan være seg selv, ha de samme rettighetene og få de samme mulighetene. mulighetene. Minoriteter skal lyttes til og legges til rette for. En slik inkluderende definisjon av likestilling legger denne plattformen også til rette for. Vi skal selvsagt bekjempe strukturelle kjønnsforskjeller, men også likestillingsutfordringer knyttet til alder, etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering og ikke minst kjønnsidentitet. Likestillingspolitikken handler om alt dette, og det utgjør en viktig forskjell at ansvaret skal ligge under en partileder som attpåtil er liberal. Det er noen som ikke helt kan sies å dele min entusiasme for plattformens likestillingsdel, og det er opposisjonen, som var tidlig ute med å kritisere og karakterisere likestillingspolitikken til regjeringen – ja, nesten før man hadde rukket å underskrive plattformen. hadde rukket å underskrive plattformen. Men problemet er at opposisjonen tilsynelatende har blitt så opptatt av sin egen kommunikasjonsstrategi at de helt har glemt å sjekke om den stemmer med virkeligheten. La meg ta noen helt konkrete tall. I 2013 jobbet 40 pst. av kvinnene deltid, i 2017 var tallet På heltid har andelen økt fra 60 pst. til 63 pst. Dette tilsvarer 52 000 flere kvinner på heltid. Det er 29 000 flere kvinnelige ledere i 2017 enn det var i 2013, både i privat og i offentlig sektor, og i statlig sektor er 56 pst. av lederne kvinner. Andelen kvinner blant styreledere i selskaper med statlig eierandel var 45 pst. ved utgangen av mars 2018, mot 36 pst. i mars 2014.

verdens lykkeligste land nesten. Det produseres og eksporteres olje, gass og laks som aldri før – det stemmer dette. Til og med infrastrukturen bygges opp: mer til samferdsel, og vi kan bevege oss lettere i dette landet. Men hvis en skulle ha en ideologi som setter rettferdighet i sentrum, både nå i dag og i framtida, og hvis en vil legge vekt på mindre forskjeller og bedre miljø,

ja, for mellomsjiktet også kanskje – om man ikke tenker på dem som har det aller vanskeligst, de som ikke har kommet inn på boligmarkedet, f.eks., eller de som har fått smålige nedskjæringer, eller hvis en kniper igjen øynene for framtida. Det er dette som viser forskjellene: hva slags verdier vi vil ha, hva vi vil legge vekt på – om vi bare vil ha økonomisk vekst, bare vil produsere mer, bare komme oss fortere fram med bil, ikke tenke så mye på fordelene eller på å fordele verdiene, kanskje? Da er alt topp, da er det flott, da. Da er jeg enig med f.eks. representantene Trellevik og Schou fra Høyre. De rosemalte utviklingen under Høyre- og Fremskrittsparti-styret. Men det er noen av oss som stiller disse spørsmålene om framtida, om truslene mot naturen, klimaet og menneskeheten, om trusselen mot sosial rettferdighet, solidaritet og den nordiske modellen, som vi er bekymret for. Gjennom stadig økt konkurranse, sentralisering og privatisering skjer det viktige endringer, og det skjer veldig fort. Det som bekymrer meg mest, er ikke at skatteprofilen er blitt endret, den kan endres med et regjeringsskifte, men privatiseringen, en del av de strukturelle endringene, bekymrer meg. Vi skal prøve å endre det om et par års tid.

og meir til folk på grasrota. Men det ser ut som at det kommunane skal få meir fridom til, er å byggja ned dyrka og dyrkbar jord, noko som òg Høgre og Framstegspartiet viste ved å stemma imot grunnlovfesta vern av jord i går. Nedbygging av matjord skal kommunane få styra, men korleis ein skal driva kommunane elles, kven dei skal samarbeida med, om dei skal slå seg i lag, korleis ein skal driva eldreomsorg, parkeringsavgifter, korleis ein skal organisera, og om ein skal ta naturen og byggja vindkraft – det skal kommunane ikkje få styra. Det er store planar for vindkraft over store delar av Vestlandet. Mange er uroa for dei inngrepa det gjer i naturen. Mange er redde for både dei som bur der fast, og reiselivet negativt, og reiselivet er ei av dei mest veksande næringane på Vestlandet. For meg burde det vera sjølvsagt at i kommunane som seier nei, skulle det ikkje verta utbygging. Dette er vedtak som kan gjerast om viss innbyggjarane er misnøgde med kommunen sin. Dei kan gjera det om i val. Det einaste ein ikkje kan gjera om,

der ein har ei heilt anna verkelegheitsforståing. Der er folk leie av å måtta reisa lange vegar for å få godkjent sesongarbeidarane i fruktdyrkinga. Dei er leie av å reisa langt for å få seg eit pass, og dei er redde for at dei òg skal måtta reisa langt for å få eit sertifikat eller få godkjent ein tilhengjar for dyretransport. Det er det som er verkelegheita for folk ute.

og ofte har dårlig service. Jeg mener ikke å si at alle kommuner har dårlig service, men det er noen fellestrekk. Det er heller ikke grunnlag for å si at alle kommuner som har innført eiendomsskatt, yter bedre tjenester enn de som ikke har det. Man kan også finne eksempler på det motsatte. Budskapet er at før man løper etter Så til representanten Navarsete: Jeg la merke til at hun i sine to innlegg sa forskjellige ting om Heimevernet. I sitt første I sitt første var det nedbygging av Heimevernet, i sitt andre innlegg roste hun regjeringen for at Heimevernet styrkes. Hold fast ved det siste innlegget, det er det som er sant. HV styrkes med nye kjøretøy og nye håndvåpen og øver mye mer enn under forrige regjering. Representanten Willfred Nordlund har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Statsministeren holdt et relativt kort innlegg i går, der hun dro gjennom det jeg må anta er regjeringens viktigste prioriteringer, basert på Granavolden-erklæringen. Det er interessant å merke seg at fisk ikke var nevnt, men kanskje mer spesielt var at det som regjeringen og Stortinget har definert som Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområder, nemlig nordområdene, ikke ble nevnt spesielt var at det som regjeringen og Stortinget har definert som Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområder, nemlig nordområdene, ikke ble nevnt med et eneste ord. Det er oppsiktsvekkende og egentlig grunn til å spørre om det tegner et bilde av hva som kommer til å være inngangen når regjeringen samtidig sier man skal Arktis gir store muligheter, men også noen begrensninger, som vi har vært vitne til denne vinteren. Jeg mener derfor det hadde vært på sin plass at statsministeren hadde tatt opp framtidens nordområdesatsinger, men jeg registrerer at det valgte man ikke å gjøre.

for det ligger mange forslag her som det er grunn til å presisere. Arbeiderpartiet vil stemme for alle forslagene fra SV og Rødt og for forslagene nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 12, nr. 13 og nr. 14, fra Senterpartiet. Når det gjelder forslag nr. 4, fra Senterpartiet, kunne det på sett og vis være interessant å se nærmere på det forslaget sammen med våre forlikspartnere i rovdyrforliket, men vi er ikke klare til å behandle et slikt forslag uten Forslag nr. 8, fra Senterpartiet, er viktig. Vi trenger bedre redningshelikopterberedskap i Troms. Jeg presiserer at vi støtter intensjonen i dette forslaget. Det kan være nødvendig med en faglig utredning, og det har min kollega Cecilie Myrseth vært inne på. Forslag nr. 11, fra Senterpartiet: Arbeiderpartiet er enig i at ny statlig virksomhet som hovedregel skal etableres utenfor Oslo, men resten av forslaget kan vi ikke støtte, og det vil uansett kreve langt grundigere behandling enn et slikt forslag over bordet. Vi vil derfor stemme imot det. Forslagene nr. 7 og nr. 12, fra Senterpartiet, vil vi altså stemme for, for debatten i salen i dag og medieutspillene fra Asheim og Raja viser det er behov for å rydde opp i saken om beskatning av naturalytelser. Derfor vil vi stemme for forslag nr. 7, med følgende presisering: Fribeløpet for naturalytelser på 10 000 kr skal gjelde for dugnadsarbeid i kommersielle arrangementer som gjennomføres over en kort, tidsbegrenset periode. Det vil løse utfordringen for en rekke konsertarrangører som er avhengig av dugnadsinnsats. Til sist forslag nr. 12: Vi har i løpet av dagen fått mange eksempler på at nye skatteregler lager problemer for folk. Det ser vi av tilbakemeldingene. For eksempel skal bussjåfører ikke lenger få gratis busskort uten å skatte av det, slik de har fått tidligere. Her mener vi regjeringen må ta et skritt tilbake og komme med et mer gjennomarbeidet opplegg som ikke bryter fundamentalt med hva folk flest vil oppfatte som rimelig. Jeg vil understreke at vi fortsatt mener hovedregelen skal være at naturalytelser skal beskattes, fordi folk skal ha lønn som det betales skatt, arbeidsgiveravgift og pensjon for. Men vi må samtidig ikke lage store problemer og stort byråkrati av små ting, så her mener vi det må gås en runde til. Jeg vil ikke garantere at jeg tegner meg en gang til

nemlig behovet for å se hele landet og lytte til hele Norge, behovet for å ta diskusjonen om en usosial avgiftspolitikk som rammer folk på en ufornuftig måte, og også diskusjonen om bruken og forvaltningen av norske naturressurser og norsk verdiskaping. Mange av forslagene våre er knyttet til det. Et av dem handler f.eks. om et CO 2 -fond for tungtransport, som er langt på overtid, som burde ha kommet for lenge siden, fordi det er et av de aller viktigste, mest konkrete og mest effektive klimatiltakene vi kan tenke oss. Det hjelper så lite å sette nye mål i klimapolitikken hvis en ikke snart også begynner å iverksette tiltak som virkelig monner. Dette tiltaket – hvis det hadde blitt effektivt kan tenke oss. Det hjelper så lite å sette nye mål i klimapolitikken hvis en ikke snart også begynner å iverksette tiltak som virkelig monner. Dette tiltaket – hvis det hadde blitt effektivt – kunne antakelig kutte tre–fire ganger så mye som den myra som Venstre er veldig opptatt av, eller mange ganger så mye som en del av de andre tiltakene, bl.a. en avgift på kupromp. Det er uforståelig at det ikke er mulig å få større framdrift i flertallsregjering. Jeg skal ikke være formandende, men jeg må jo si, etter debatten, at jeg skulle ønske at en var litt forsiktig med å være overmodig, for det vises noen krakeleringer i fasaden allerede den dagen regjeringserklæringen blir debattert. Når det gjelder rovvilt, har Fremskrittspartiet vært ute og sagt at de skal instruere hvordan de har tenkt å gjøre det. Den representanten som har vært ute i media og sagt det, er heller ikke i stortingssalen i dag. Men jeg skjønner at Fremskrittspartiet, og antakelig også mange i Høyre, er misfornøyd. Jeg tror det er god grunn til det, særlig fordi Høyres parlamentariske leder i dag sa at det var gitt fellingstillatelse på fire ulver. Det er det jo ikke. Det er rovviltnemndene som har anbefalt at det skal felles fire ulver. Denne regjeringen vil jo ikke forholde seg til Så det skal ikke forundre meg om den avgjørelsen blir klaget inn for Klimadepartementet, en skal ikke være mye til spåmann for å spå det, og antakelig får man blankt nei. Men det er i dag mulighet for å stemme for Senterpartiets to forslag om rovvilt, som kan gi en bedre og fornuftigere forvaltning av rovviltpolitikken. Tida går så fort med tre minutter. Da skal også jeg komme tilbake og tegne meg til et nytt innlegg for å si mer om saker og debatt

den parlamentariske lederen for Høyre, Trond Helleland, gikk så langt inn i diskusjonen om hvordan det skal gå med de rød-grønne regjeringsforhandlingene i 2021. Da vil jeg bare si at vi ennå ikke har kommet så langt i planleggingen av det, for det er en stund til, men jeg er glad for at Helleland har begynt å tenke på det allerede og er innstilt på at det skal skje. Jeg takker for den tilliten. Det er en ting til jeg legger merke til når det gjelder Høyre, og det er at Høyre nå har begynt å snakke ganske mye om ulikhet. Det er bra, for det viser at regjeringen er i ferd med å ta inn over seg den dype folkelige uroen som finnes over at ulikhetene i makt og rikdom øker i Norge. Men det denne debatten har avslørt veldig tydelig, og som vi også kan lese ut av regjeringserklæringen, er mangelen på politisk vilje til å gå inn i og gjøre noe med de største utfordringene i møtet med ulikhetene, f.eks.: hvordan vi kan snu de usosiale kuttene som det borgerlige flertallet har gjennomført overfor en rekke av de menneskene som har minst i det norske samfunnet

hva vi skal gjøre med den situasjonen vi har i arbeidslivet, der de 10 pst. lavest lønnede knapt har hatt reallønnsvekst det siste tiåret Vi får høre hele tiden fra Høyre at vi ikke vil gå inn i debatten om innvandring når vi snakker om ulikhet, og det er jo påfallende når vi igjen og igjen ser denne uviljen fra Høyres side til å gå inn i en helt sentral debatt knyttet til ulikhetene, nemlig den om premissene for hvordan arbeidsinnvandring skal fungere i Norge. På toppen av det har vi debatten om skattefradraget for fagforeningskontingent, som for meg er et slags symbol på denne regjeringens mangel på forståelse for organisasjonsgraden og fagbevegelsens betydning for å holde forskjellene nede. Det er nye løfter om skattelette til folk med aksjeformuer. Den eneste gruppen som i denne regjeringserklæringen får løfte om at de ikke skal få noe skattelette, er folk som er med i en fagforening.

I staden valde han ei tilnærming der rimeleg udokumenterte påstandar som at Kristeleg Folkeparti og Venstre sikrar fleirtal for auka forskjellar og meir til dei som har mest frå før, dominerte. Landets suverent mest ressurssterke parti har tydelegvis brukt tid og rådgjevarkapasitet på å klekkja ut ein kommunikasjonsstrategi der karakterisering framfor bidrag til ein sakleg, har titulering av regjeringa som ei høgreregjering vore ein gjengangar – ein påstand som openbert fell på eiga urimelegheit. Tvert imot er plattforma spekka av politikk som ikkje berre har drege politikken mot sentrum, men òg har ein hjartevarme og omsorg for dei som treng det mest, som fleire opposisjonsparti hadde problem med å matcha sist dei sjølve sat i regjering, og som Venstre har bidrege tungt til. ei storstilt satsing på kamp mot barnefattigdom, der t.d. gratis kjernetid i barnehagen for låginntektsfamiliar no òg vert utvida til å gjelda skulefritidsordninga, og der barnetrygda for fyrste gong på ti år vert monaleg auka for dei som har størst behov – familiar i etableringsfasen med små ungar. Det er ei rekordsatsing på tidleg innsats i skulen, det viktigaste verktøyet me har for sosial utjamning. Det er betre støtteordningar for studentar. ein omfattande inkluderingsdugnad for å gjera terskelen inn i arbeidslivet lågare for dei som av ulike grunnar slit med å skaffa seg jobb. Det er ei storstilt satsing på å tryggja eksisterande arbeidsplassar og gjera det lettare å skapa nye. Rusreforma vert gjennomført – narkomane skal få hjelp, ikkje straff. Lågteskeltilbod vert vidareførte – avgjerande for å redda liv og

Venstre feira 135-årsdagen sin denne veka. Venstre har så langt i historia delteke i 22 ulike regjeringar – reine Venstre-regjeringar, fantastisk, men me har òg brei erfaring med ulike konstellasjonar og ser verkeleg fram til å samarbeida tett med Kristeleg Folkeparti, Høgre og Framstegspartiet i åra som

individuelle forutsetninger. Det handler om at det offentlige kan tilby tjenester og gi tilbud til foreldre med barn med langvarig sykdom, tilby kompetente koordinatorer som kan stå sammen med familien og være den støtten som kan sikre rett kompetanse og hjelp til rett tid i svært krevende faser av familiens liv. Men det handler også om å forbedre engangsstønaden for unge kvinner som får barn uten å ha vært i jobb på forhånd

et viktig bidrag for familiene med svak økonomi, men også et bidrag til det frivillige Norge, som gjennom ordningen kan rekruttere nye medlemmer. Så er det jo interessant å merke seg hva man ikke har tatt opp av prioritert politikk fra plattformen. Jeg har ikke hørt mange kritiske innlegg verken til landbrukspolitikken eller til fiskeripolitikken, heller ikke når det gjelder løftet vi gir de ideelle i plattformen, for å Hva slags farge skal en da kunne si at denne plattformen har fått? I Kristelig Folkeparti har vi det siste halvåret blitt gode på fargekoder, spesielt fargene blå, gul og rød. Og som en av dem som har spesielt god innsikt i hva slags politikk som ligger bak gulfargen, opplever jeg meg som vel kvalifisert til å hevde at vi har fått en regjering i Norge som er blitt trukket klart nærmere gulfargen, nærmere sentrum, enn vi hadde før. så skal vi selvfølgelig også ta ansvar for resultatene. Så håper også vi i Kristelig Folkeparti, som statsministeren understreket i sin redegjørelse i går, at det det skal være mulig å inngå brede forlik med opposisjonen på noen viktige områder hvor vi kan møtes i en felles politikk. Kristelig Folkeparti støtter ikke noen av forslagene som fremmet er i saken. Det er

Hun nevnte de ideelle, og det står mye om de ideelle, og hun stilte en del spørsmål om hvem som hadde fått inn det ene og det andre, og jeg tror svaret på spørsmålet var Kristelig Folkeparti. Men jeg vil også minne om at Kristelig Folkeparti var med opposisjonen i denne sal på å feste et tall til hvor de ideelles posisjon skulle være i barnevernet for å stå imot at de kommersielle fortrenger dem. Det var mot regjeringspartienes stemmer.

faller. Det er fordi det er uorden i arbeidslivet som det ikke blir ryddet opp i, og det er tilstander der som ikke blir tatt på alvor. Der går man i feil retning. Siv Jensen har sagt at Fremskrittspartiet nå er fornøyd fordi deres forslag ikke lenger blir endret og nedstemt i Stortinget, men kommer gjennom i regjeringen. Nå får vi se resultatene, og jeg er enig med representanten Grøvan i at det er dem det må måles på. Vi skal være en tydelig opposisjon, vi skal ta ansvar, vi skal ta ansvar, og vi skal vise at det finnes alternativer som tar Norge i en riktig retning. Vi skal gjøre det som Arbeiderpartiet, og vi skal gjøre det med andre opposisjonspartier – mest med våre nærmeste partnere, Senterpartiet og SV – og vise at det finnes et alternativ til denne regjeringen. Og vi skal selvfølgelig stille opp og ta ansvar der det er naturlig og riktig for

arrangementer. Da vil jeg gjerne understreke at arrangementer sjølsagt er tidsbegrensede. Et arrangement er nettopp det – et arrangement i en kort periode. Jeg setter pris på at de var så tydelige på det, og jeg vil sjølsagt gjerne at alle skal stemme for Senterpartiets forslag i kveld, men dette er jo en debatt som fortsetter. Det er en annen debatt som har vært interessant i dag, og som har handlet litt om strøm og strømpriser, men som egentlig handler om mye mer enn det. det. Henrik Asheim ga liksom ouverturen til den. Han sa at vi har innrettet oss veldig klokt når det gjelder måten vi har forvaltet naturressursene på, oljen, gassen og vannkraften, og det skal vi være glad for. Ja, det er vi glad for. En må nesten si at vi har forvaltet dem godt på tross av høyrepartiene – på tross av Høyre og Fremskrittspartiet – når vi tenker på hjemfallsdebatter og privatiseringsdebatter knyttet til olje og gass. Men balansen og verdiene vi har skapt av de naturressursene, er uhyre viktige. Strømdebatten har litt sammenheng med det, for i Norge har vi bestandig prøvd å ha en balanse når det gjelder hvordan en velger å bruke strømmen til verdiskaping. Kraftbransjen skal sjølsagt få lov til å utvikle seg, men ikke den alene. Industrien skal også få sin andel av kraft som en konkurransefordel for norsk industri,

men alle vi andre! Men til dette med at vi har sagt «høyreregjering»: Det er jo et spørsmål om i hvilken retning politikken går, og på hvilke områder vi ser tydelig i det som tidligere var en åpen situasjon i Stortinget, med mulighet for at politikken nå vil være mye større sjanse for at høyrepartienes lange linjer får gjennomslag. Vi ser det f.eks. i klimapolitikken, der det dessverre er sånn at Venstre og Kristelig Folkeparti har sagt fra seg muligheten til mer samarbeid på tvers av blokkene, noe som trengs mer i klimapolitikken enn i noen andre saker, fordi skillelinjene rett og slett ikke følger de tradisjonelle

et klimaforlik som kunne gjort det mulig for mange av oss å finne sammen og jobbe sammen med det som er vår aller største felles utfordring. Det er skuffende, og da får også regjeringspartiene høre det i denne debatten. Jeg er glad for, som representanten Grøvan påpeker, at det står mye pent om de ideelle i regjeringserklæringen, men det er ikke riktig at vi fra opposisjonen ikke også har påpekt problemer med det.

Da må vi sørge for at hver krone av skattebetalernes penger går til velferd for de mange og ikke til formuer for noen få. Olaug Bollestad spurte i sted «hvem?», og mente, tror jeg, med det å si at de borgerlige har gjort mest for de ideelle. Vel – hvem var det som Hvem er det som holder sin hånd over de kommersielle aktørene? Det er høyresiden. Så også her er Kristelig Folkeparti i feil

Regjeringsplattformen viser at denne koalisjonen i grunnen får fram det verste av to verdener. På den ene siden får man Kristelig Folkepartis litt konservative og tilbakeskuende verdipolitikk, og samtidig får man Høyres skattekuttpolitikk for den økonomiske eliten. Er det én gruppe som virkelig har grunn til å være ekstra fornøyd i dag, er det Høyres rike onkler, som nå både får videreført og forsterket skattekuttene og i tillegg har sørget for å ha et avklart flertall i Stortinget bak den politikken. Så for dem er dette en veldig god dag, men for alle oss andre er det nok ikke en like lystelig dag. Vi ser nå at i en situasjon hvor en fjerdedel av den private omsorgen i Norge kontrolleres av ett selskap basert i skatteparadiset Luxembourg, eid av to menn som er blant verdens 200 rikeste – det som ifølge Venstre kalles kvinnelige gründere – har vi en regjeringsplattform som overhodet ikke har noen tiltak for å bekjempe profitten i velferden og sikre at de ideelle ikke fortrenges av de kommersielle, slik vi ser i bransje etter bransje. Så jeg har lite håp om at Kristelig Folkeparti får til endringer der, men jeg har håp om at regjeringspartiene husker hva de selv foreslo og stemte for i 2011, ved den forrige strømprissjokkperioden. Da var det altså Høyre,

og sørge for at de som virkelig har dårlig råd her i landet, ikke må oppleve at de ikke har råd til å varme opp boligen sin. Her er altså sjansen til å føre en litt mindre usosial politikk, og den sjansen håper jeg at Stortinget griper nå i kveld. Jeg vil takke for en lang og – synes jeg – god debatt. Jeg er

med at det blir litt svart-hvitt, og at der vi synes alt er strålende, synes opposisjonen at mye er dårlig. Vel, nå har den utvidede regjeringen sittet i noen få dager, og Arbeiderpartiets taleskrivere har åpenbart ikke lest plattformen godt nok, for de kaller det hele

– er å invitere Stortinget til å være konstruktivt, til å ha et samarbeid om vanskelige saker. Det er kaldt ute, og da blir strømprisen et tema – naturlig nok. Men vi kan ikke løse alt gjennom enkeltforslag i generaldebatter. Vi må ha litt kunnskapsbasert politikk. Vi må legge vekt på hva regjeringen faktisk fremmer, men stortingsgruppen – og stortingsgruppene i de fire regjeringspartiene – kommer til å lytte til gode forslag fra opposisjonen. Vi kommer til å ta opposisjonen på alvor når det rører seg, enten det er i samfunnet ute eller her i huset. Jeg ønsker at vi får et godt samarbeid framover, at vi faktisk

og vi har rekord i antall nyetablerte bedrifter. Det bidrar til at det nå skapes arbeidsplasser i hele landet. Og vi bygger ny vei og bane også i hele landet. Nye Veier er jo en suksess. Det var ikke mye hjelp å få fra opposisjonen i starten da vi etablerte det nye veiselskapet, men vi klarer nå å bygge bedre, mer helhetlig og billigere – og det er bra. Politikken virker og gir resultater. Samtidig er det også utfordringer. Mange har vært innom nærpolitireformen. Strukturen er etablert, men den er ikke fullt ut gjennomført, fordi kvalitetsdelen først skal gjennomføres i 2020. Det betyr at det fortsatt er noen utfordringer og helt sikkert behov for å gjøre justeringer. Det er krevende å gjennomføre store reformer. Det er ingen grunn til å legge skjul på det, men det er altså ikke sort-hvitt. Regjeringspartiene blir beskyldt av opposisjonen for å ville gjennomføre en storstilt privatisering i Norge. La meg si det sånn: For Fremskrittspartiet er det ikke avgjørende om tjenestetilbudet innen ulike sektorer er offentlig eller privat. Det avgjørende er at konkurranse gjennomføres for å sikre valgfrihet og bedre kvalitet i tjenestene, for det finnes veldig, veldig få eksempler på at offentlig monopol – eller private for den saks skyld – er de beste til å levere god kvalitet til fornuftige priser. Derfor er det gjennom konkurranse og samspill mellom offentlig og privat sektor vi sikrer god utnyttelse av fellesskapets ressurser. Så tenker jeg helt til slutt at det er grunn til å minne oss selv om at vi bor i et land som gir enkeltindivider gode muligheter for å lykkes – gjennom både utdanning og arbeid. Ulikhetene og forskjellene er små, og det synes jeg vi skal ta vare på fordi det bidrar både til mangfold og til sosial mobilitet. En liten stemmeforklaring: Fremskrittspartiet kommer ikke til å støtte forslagene fra opposisjonen. Jeg hadde nesten lyst til

så skal det tas omkamp på de forskjellige tingene. Det synes jeg er oppsiktsvekkende. Jeg synes det er rart at min gode kollega Helleland er så beskjeden, han burde ta det som en kompliment. Det er altså ikke høyreregjeringen med stor h. Det er en regjering med høyreretning i politikken – det er for å ta denne regjeringsplattformen på alvor. Det største gjennomslaget kommer for Høyre og Fremskrittspartiet. Det er høyrepolitikk – kjent fra andre land, nå sterkere gjennomført i Norge. Det er tydelig. tydelig. Så sier representanten Helleland på sin – hva skal vi si – lett belærende måte at vi skal inngå forlik så lenge det er basert på kunnskap. Det tror jeg vi alle kan slutte oss til er et godt utgangspunkt, men da er jo erfaringene ganske slette. Jeg er helt enig med min kollega Lysbakken, som sier at klima er et typisk felt vi burde samle oss om i forlik. Vi satt åtte år i Denne regjeringen har både i mindretall, med samarbeidsavtale, og i flertall sagt nei. Det sier noe om viljen til å prøve å mobilisere et helt land ved å starte i nasjonalforsamlingen. Når det gjelder politiet, er det jo litt merkelig: Først har vi struktur, så tar vi kvalitet. Det tror jeg politifolk rundt om i landet vil synes er underlig. Køen på politiområdet i dag er ikke i politiet, den er i domstolene, hvor det gis rabatt til kriminelle fordi de ikke får behandlet sakene sine. sine. Som forlikspartner for dette vil jeg si at det er regjeringen som har brutt forliket. Måten de har behandlet forlikspartnerne på, er å ikke holde forlikspartnerne informert, ta dem med, forklare hva som skjer underveis. Nei, det er ikke slik det virker. Vi har den holdningen at kommer det gode forslag, skal vi være positivt innstilt til det. Men med en regjering som vi med helt god dekning kan kalle høyreregjeringen, tror jeg ikke det

forslag nr. 15, fra Rødt. Det skal sies at her har Rødt og SV tydeligvis jobbet parallelt med samme idé. Det er ikke så rart, for mange er opptatt av den situasjonen folk med dårlig råd kommer i når strømprisen øker. Men vi har kommet fram til at et representantforslag er en god idé, både fordi det kan se ut som om også regjeringspartiene trenger litt mer tid til å tenke over saken, og fordi vi mener det er klokt å ha en mulighet til å utvide en sånn støtteordning utover dem som får bostøtte, som det jo har blitt færre av. Men det ville være rart å stemme mot Rødts forslag når intensjonen er den samme, så vi stemmer også for det. I tillegg vil vi, overraskende nok, stemme for våre to egne forslag. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Under debatten er det satt frem i alt 15 forslag. Det er forslagene nr. 1 og

kan

ei

Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart. Under debatten er det satt frem i alt 15 forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 3–14, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet forslag nr. 15, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt Forslag nr. 10, fra Senterpartiet, er etter

har varslet støtte til forslagene. Presidenten vil foreslå at erklæringen fra regjeringen holdt i Stortingets møte 29. januar 2019 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er sakens kart ferdigbehandlet. Er det noen som forlanger ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og